I samsvar med Grunnlova gir Kongen denne meldinga til Stortinget om Noregs tilstand og styring i tida etter siste melding. Noreg er inne i ein oppgangskonjunktur. Sysselsetjinga stig, og arbeidsløysa har gått ned i nesten to år. I august var den registrerte arbeidsløysa 2,4 pst. BNP for Fastlands-Noreg auka med 1,9 pst. i 2017 og blir anslått å auke meir i år. Statens pensjonsfond hadde ein samla marknadsverdi ved utgangen av første halvår 2018 på 8 585 mrd. kr. Den økonomiske politikken har gitt eit betydeleg bidrag til den økonomiske utviklinga dei siste åra. Ekspansive budsjett bidrog til å halde aktiviteten oppe i tida etter oljeprisfallet. Samtidig har ei låg styringsrente støtta opp under ei svakare krone. Saman med moderate lønnsoppgjer har ei svakare krone betra konkurranseevna. Bruken av oljeinntekter i 2018 vart i revidert nasjonalbudsjett anslått til 225,5 mrd. kr. Det svarar til 2,7 pst. av Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2018. Regjeringa har i år sett i gang ein brei innsats for å få fleire inn i arbeidslivet. I inkluderingsdugnaden skal offentlege og private aktørar jobbe saman for å Det er inngått ein ny avtale med partane i arbeidslivet om tenestepensjon for tilsette i offentleg sektor. Den nye pensjonsordninga er betre tilpassa prinsippa i pensjonsreforma. Lønnsoppgjeret i 2018 var eit hovudoppgjer. Avtalerevisjonane har i all hovudsak vore løyste gjennom forhandlingar og mekling. Det har vore få konfliktar. Dei fleste i Det er likevel utfordringar i enkelte næringar og yrke. Regjeringa sin strategi mot arbeidslivskriminalitet er derfor vidareført og utvida. Måla i skattereforma om breie skattegrunnlag og lågare skattesatsar har vorte følgde opp. Skattesatsen på allmenn inntekt er i 2018 redusert med ytterlegare eitt prosentpoeng, til 23 pst. Dei årlege innsparingane for næringslivet av forenklingstiltak som er gjennomførte i perioden frå 2011 til 2017, utgjer over 15 mrd. kr. Regjeringa er godt i gang med arbeidet for å nå det nye målet, som er ei årleg innsparing på 10 mrd. kr i perioden frå 2017 til 2021. Regjeringa har ein aktiv næringspolitikk med strategiar og tiltak for havnæringane, industrien og reiselivet og gjennom dei breie ordningane i verkemiddelapparatet. Noreg er den nest største eksportøren av sjømat i verda. I 2017 vart det eksportert sjømat frå Noreg for 94,5 mrd. kr. Regjeringa har som mål at Noreg framleis skal vere ein leiande havnasjon, og har lansert fleire viktige initiativ for havet og havnæringane. Noreg har etablert eit internasjonalt høgnivåpanel for berekraftig havøkonomi, som statsministeren Regjeringa har også etablert eit bistandsprogram mot marin forsøpling. Etter ein nødvendig omstillingsprosess i petroleumsindustrien har aktiviteten på norsk sokkel teke seg opp, og framtidsutsiktene er positive. I 2017 tok Olje- og energidepartementet imot utbyggingsplanar for ti nye olje- og gassprosjekt. Det er dobbelt så mange som i 2016. Så langt i år har departementet teke imot tre utbyggingsplanar. Regjeringa har arbeidd for at norske bedrifter skal ha gode og føreseielege handelspolitiske rammevilkår i WTO. Det er gjort framsteg i frihandelsforhandlingane med Kina. Noreg har mobilisert for å forsvare dei verdiane og institusjonane som vi byggjer utanrikspolitikken vår på. Vi har fremja multilateralt samarbeid og den internasjonale rettsordenen. Å bidra til internasjonal tryggleik er ei

og vår støtte til FNs fredsoperasjonar i Midtausten, Sør-Sudan og Mali. Noreg har offisielt lansert sitt kandidatur for ein plass i FNs tryggingsråd for perioden 2021–2022. Regjeringa har lagt fram ein ny strategi for samarbeidet med EU for perioden frå 2018 til 2021. Dialogen med EU og Storbritannia er intensivert for å få best moglege rammer for samarbeidet når Storbritannia forlèt unionen. Statsministeren har leidd FNs pådrivargruppe for Statsministeren har leidd FNs pådrivargruppe for berekraftsmåla. Ho har fremja helse, utdanning og hav som dei norske prioriteringane. Våren 2018 vart klimastrategien for 2030 vedteken i Stortinget. Måla skal oppfyllast med hovudvekt på innanlandske reduksjonar i utsleppa og med nødvendig bruk av fleksibilitetsmekanismane i EU-regelverket. Regjeringa forhandlar med EU om felles oppfylling av utsleppsmåla. Regjeringa har følgt opp ambisjonane i langtidsplanen for Forsvaret. Forsvaret rapporterte i 2017 om at alle forsvarsgreinene hadde fleire styrkar tilgjengeleg for operative oppdrag enn i 2016. Forsvaret har starta investeringane i nytt utstyr og moderne våpen. Vi har vorte einige om endringar i verneplikta og etableringa av Finnmark landforsvar. Forsvaret har styrkt mannskapet sitt i nord. Regjeringa har ført vidare arbeidet med å styrkje det nasjonale tryggingsarbeidet. Forslag til forskrifter til lov om nasjonal tryggleik har vore på høyring. Også i 2017 var driftsresultata i kommunesektoren gode. Talet på ROBEK-kommunar er no det lågaste nokon gong. Regjeringa sitt forslag til ny kommunelov, som skal styrkje det kommunale sjølvstyret, er vedteke av Stortinget. Stortinget har slutta seg til regjeringa sitt opplegg for vidare arbeid med endringar i kommunestrukturen. Det er framleis nødvendig å jobbe for større og sterkare kommunar. For å hindre utanforskap og for å sikre at flest mogleg blir økonomisk sjølvstendige, har regjeringa forsterka innsatsen og samarbeidet med kommunane om å løfte bydelar med sosiale utfordringar. Samferdsel er framleis eit av satsingsområda for regjeringa. Aktiviteten er høg for både utbygging og vedlikehald. Vedlikehaldsetterslepet på veg blir redusert for fjerde år på rad. Talet på trafikkdrepne i 2017 var det lågaste sidan 1947. Strukturendringane i nærpolitireforma er ferdigstilte. Endringane har vore nødvendige for å leggje grunnlaget for betre polititenester og eit politi som er rusta til å møte dagens og morgondagens kriminalitetsutfordringar, m.a. i det Stortinget har slutta seg til regjeringa sitt forslag om å innføre ei plikt for skulen til å tilby intensiv opplæring til elevar på 1.–4. trinn som strevar med lesing, skriving eller rekning. Regjeringa har vedteke ny tilbodsstruktur for yrkesfaga og at alle faga i grunnskulen og fellesfaga i vidaregåande skule skal fornyast. Regjeringa har innført ei nasjonal bemanningsnorm og skjerpa pedagognorma i barnehagen. Regjeringa har også innført ei norm for lærartettleik i grunnskulen, i tråd med Stortinget sitt vedtak. Regjeringa følgjer opp langtidsplanen for forsking og høgare utdanning. Totalt svarar løyvingane til FoU i år til over 1 pst. av forventa BNP. Det er innført obligatorisk norskopplæring i asylmottak. Innsatsen mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap er forsterka. Mellom anna er ordninga med minoritetsrådgivarar Ny åndsverklov tok til å gjelde 1. juli, og regjeringa har sendt eit forslag til ny medieansvarslov på høyring. Regjeringa har starta arbeidet med reforma Leve hele livet. Reforma skal skape eit meir aldersvenleg samfunn. Om lag to millionar pasientar fekk helsehjelp ved somatiske sjukehus i 2017. Det er 1,2 pst. fleire enn året før. Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta var 57 dagar i 2017 – ein nedgang på tre dagar frå året før. Regjeringa har auka tilskotsramma for heildøgns omsorgsplassar, slik at det i 2018 er mogleg for kommunane å søkje om tilskot til 2 500 plassar. Regjeringa styrkjer innsatsen mot vald og overgrep mot barn. Ein nasjonal strategi for foreldrestøtte vart lagd fram i juni 2018. Innsatsen mot barnefattigdom har òg høg prioritet. Frå 1. juli i år vart mødre- og fedrekvoten i foreldrepengeordninga utvida til 15 veker. Regjeringa har fremja og Stortinget vedteke endringar i barnevernslova for å styrkje rettstryggleiken til barn og foreldre i barnevernssaker. I oktober 2017 la regjeringa fram ein kompetansestrategi for det kommunale barnevernet. Regjeringa inngjekk i mai ein jordbruksavtale med begge organisasjonane. Etter tørken i sommar vart det i august semje om ein tilleggsavtale på 525 mill. kr til erstatningar for avlingsskade for dei bøndene som er råka. Regjeringa har styrkt konkurranseevna for skog- og trenæringa. Avverkingstala i 2017 var blant dei høgaste sidan registreringane starta på

Deres Majesteter, Deres Kongelige Høyhet, medrepresentanter! I dag åpner vi det 163. storting. Folkets valgte representanter tar på nytt sete i denne sal. Stortingets høytidelige åpning er et vakkert og symbolmettet uttrykk for de lange linjene i vårt folkestyre. Den er legemliggjøringen av de rammene og tradisjonene som er bærebjelken i det norske demokratiet og dermed i samfunnet. Aller tydeligst er det ved at de tre statsmaktene er samlet her i dag. Vi ser også at våre fremste forvaltere av ytringsfriheten som alltid er på plass i presselosjen. Stortingets åpning er en anledning til å stoppe opp og reflektere over det arbeidet vi står midt oppe i, det ansvaret alle vi her i salen er betrodd av det folket vi representerer, og de nye oppgavene som ligger foran oss i den kommende sesjonen. Vi har lagt bak oss et år hvor stormene herjet både i og utenfor vårt eget hus. Demokratiets helsetilstand er et tema som diskuteres oftere enn på lenge, ikke bare her hos oss, men i store deler av verden. Sjelden har det vært knyttet så stor spenning til så mange valg i tradisjonelt solide demokratiske stater. Demokratiet settes på prøve både i og utenfor valglokalene. Spillereglene utfordres, og noen steder ser vi at folket begynner å miste troen på demokratiet. Det handler om mye. annet handler det om tillit – tillit til systemet og institusjonene, tillit til de menneskene som befolker demokratiets organer, og tillit til oss som er samlet her i dag for å gå i gang med et nytt år med viktig arbeid. Vi er så heldige at vi fortsatt er folkevalgte i et land der tilliten mellom borgerne og borgernes tillit til nasjonalforsamlingen er svært høy. Vi vet også at norske barn og unge er blant dem som har størst tillit til demokratiet og de demokratiske institusjonene. Det er gledelig, men det forplikter. Tilliten fra velgerne må vi fortsette å gjøre oss fortjent til. Det kan vi bare gjøre ved å skjøtte tillitsvervet med engasjement, mot, respekt for hverandre og ydmykhet for oppgaven og tilliten. I løpet av dette stortinget skal vi også markere 100-årsjubileet for at den alminnelige stemmeretten i landet vårt også skulle gjelde de fattige. Å arbeide for en reell mulighet for deltakelse for alle samfunnsgrupper er en viktig oppgave også i vår egen tid. For ett år siden var det mange nye ansikter her i salen I løpet av året som er gått, har de lært det som det er umulig å forstå fullt ut uten å erfare det selv: stortingshverdagens mange ansikter. Uavhengig av hvilket av de ni partiene på Stortinget vi representerer, er hverdagen her preget av hardt og seriøst arbeid for å nå de målene vi tror på, og for å gjøre den jobben vi har lovet de tusener av velgere som har stemt på oss. I forrige storting behandlet vi 452 saker. Rekordmange av dem, så mange som 208, var representantforslag. Stortingsrepresentantene stilte i tillegg 2 270 spørsmål til regjeringen. Tallene vitner om høy aktivitet og er helt i tråd med det alle barn lærer om Stortingets virke. Vi vi bestemmer hvor mye penger staten skal bruke, og hvordan pengene skal brukes, og vi kontrollerer regjeringen. Vi vet at vi går mot travle dager også når vi nå tar fatt på arbeidet. Deres Majestet! Når vi 169 folkevalgte stortingsrepresentanter igjen møtes til ansvarsfull gjerning, er det i visshet om de store oppgavene som ligger foran oss, og det ansvaret vi har påtatt oss. vi har påtatt oss. Vi samler oss i det gamle ønsket: Gud bevare Kongen og fedrelandet!

Presidenten vil foreslå at Hans Majestet Kongens tale og beretningen om rikets tilstand og bestyrelse utlegges for behandling i et senere møte. – Det anses vedtatt.